Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden blir gjort gjeldende. – Det anses vedtatt. Det foreligger en rekke permisjonssøknader: fra representantene Margunn Ebbesen , Hans Fredrik Grøvan , Mari Holm Lønseth , Cecilie Myrseth , Hadia Tajik og Morten Wold om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 12. oktober – alle for å delta i De forente nasjoners 73. ordinære generalforsamling i New York fra representantene Elin Rodum Agdestein og Siv Mossleth om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 25. oktober – begge for å delta i sjefskurs ved Forsvarets høgskole fra representanten Lene Westgaard-Halle om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 14. desember fra representanten Eigil Knutsen om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober fra representanten Fredric Holen Bjørdal om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 3. oktober fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Tina Bru fra og med 1. oktober og inntil videre fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Torhild Bransdal fra og med 1. oktober og inntil videre fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Nicholas Wilkinson fra og fra Senterpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Ivar Odnes fra og med 1. oktober og inntil videre fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Dagfinn Henrik Olsen fra og med 1. oktober og inntil videre fra representanten Trond Giske om velferdspermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 5. oktober fra Høyres stortingsgruppe i dagene 1. og 2. oktober for å delta i konferanse om romfartsteknologi i Bremen, Tyskland Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Rogaland fylke, Julia Wong , foreligger søknad om fritak for å møte under representanten Hadia Tajiks permisjon, i tiden fra og med 5. oktober til og med 12. oktober, av velferdsgrunner. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Vest-Agder fylke: Per Sverre Kvinlaug fra 1. oktober og inntil videre og Tove Welle Haugland 1.–11. oktober For Akershus fylke: Sheida Sangtarash fra 1. oktober og inntil videre For Buskerud fylke: Tone Heimdal Brataas 1.–11. oktober For Hordaland fylke: Leif Audun Sande

Per Sverre Kvinlaug, Tove Welle Haugland, Sheida Sangtarash, Tone Heimdal Brataas, Leif Audun Sande, Tove-Lise Torve, Elizabeth Åsjord Sire, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Grethe Andersen, Bengt Fasteraune, Aase Simonsen, Julia Wong, Kari-Anne Opsal, Pål Sæther Eiden, Kristian Torve, Ove Vollan, Renate Sølversen og Henning Wold er til stede og vil ta sete. Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer. Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6, andre og tredje ledd. Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president Tone Wilhelmsen Trøen . Tone Wilhelmsen Trøen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets første visepresident . Jeg har den ære å foreslå Eva Kristin Hansen . Eva Kristin Hansen er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

fremmer forslag om Magne Rommetveit . Magne Rommetveit er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident . Jeg tillater meg å foreslå Nils T. Bjørke . Nils T. Bjørke er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident.

Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på sekretær . Jeg foreslår Runar Sjåstad . Runar Sjåstad er foreslått valgt til Stortingets sekretær. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på visesekretær . Jeg foreslår Ingjerd Schou . Ingjerd Schou er foreslått som visesekretær. – Andre forslag

Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontale og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på syv representanter til å motta Hans Denne bemyndigelse anses også for gitt. Som deputasjon oppnevnes representantene Helge André Njåstad, leder, Peter Frølich, Jette F. Christensen, Torill Eidsheim, Kjersti Toppe, Silje Hjemdal og Audun Lysbakken. I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Stortingets representanter blitt innbudt til gudstjeneste i Oslo domkirke tirsdag 2. oktober kl. 17. Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.